Harmonisering med andre land, som ligger i lovverket for vurdering av autorisasjon, er derfor milevis unna. Etter å ha gått grundig inn i motforestillingene og praksis fra andre land ser jeg mye bedre at dobbeltautorisasjon ikke er den beste innretningen. Den beste løsningen synes i større grad å følge intensjonen om at en grunnutdanning kan gi autorisasjon, og at en videreutdanning kan gi en spesialistgodkjenning. En manuellterapeut er en fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi på masternivå. Det er et krav for å bli manuellterapeut at vedkommende allerede har utdanning og autorisasjon som fysioterapeut. En autorisasjon skal sikre kvalitet og kompetanse, og bygger i utgangspunktet på en grunnutdanning og ikke en videreutdanning. Jeg er derfor glad for at helseministeren i sitt svarbrev av 30. januar skriver at man i forbindelse med arbeidet med primærhelsemeldingen vil komme tilbake til spørsmålet om en eventuell utvidelse av dagens spesialistgodkjenningsordning. Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved at saken fremmes for Stortinget. Fullmakt til å avgjøre slike saker ble gitt av Stortinget til departementet i 1999. Skulle vi overprøve dette i denne sal i dag, ville vi måtte vurdere også alle andre autorisasjonssøknader som til enhver tid ligger til behandling. Å velge ut én for særskilt behandling, uten å ville ta noen andre, ville i hvert fall for Fremskrittspartiets del ikke være en grei måte å gjøre det på. Fremskrittspartiet støtter av disse grunner ikke dette forslaget. I denne saka er Senterpartiet noko så uvanleg som einig med Høgre, Framstegspartiet og Venstre. Dette er ikkje ei ny sak. Vi vart godt kjende med denne saka då vi sat i regjering, og dette spørsmålet har vorte vurdert mange gonger. Det er ei viktig sak, for manuellterapeutane er ei veldig viktig helsepersonellgruppe, spesielt når vi veit kor utbreidde muskel- og skjelettlidingar er, ei viktig sak, for manuellterapeutane er ei veldig viktig helsepersonellgruppe, spesielt når vi veit kor utbreidde muskel- og skjelettlidingar er, og der kan dei bidra. Spørsmålet om autorisasjon har vore vurdert. Manuellterapeutane er i ei særstilling fordi dei har

at ein skal gi ytterlegare autorisasjon. Saka vart send på høyring hausten 2013. Vi har sett grundig på dei høyringsfråsegnene som kom inn, og det er slik som det er sagt, at det er ytra sterk motstand mot høyringsforslaget. Det aller viktigaste argumentet etter mitt syn er at det ikkje er godtgjort at dette er nødvendig for å sikra pasientsikkerheita. Så eg meiner det er klokare og meir fornuftig å vurdera det som vert sagt i svaret frå statsråden, at manuellterapeutane vert omfatta av spesialistgodkjenningsordninga som følgjer av I min uttalelse til helse- og omsorgskomiteen av 30. januar har jeg frarådet at det fattes vedtak i samsvar med representantforslaget i Dokument 8:44 S for 2014–2015. Jeg merker meg at komiteens flertall støtter dette. Som komiteens flertall også viser til, var det stor motstand mot departementets tidligere høringsforslag av 9. oktober 2013 om å gi dobbeltautorisasjon til som har videreutdanning innen manuellterapi. Som det framgår av min uttalelse til komiteen, vil hensynet til pasientsikkerhet være like godt ivaretatt uten å dobbeltautorisere manuellterapeutene, idet disse som kjent allerede er autorisert som fysioterapeuter i henhold til helsepersonelloven. Utøverne vil dermed være underlagt offentlig tilsyn og krav om forsvarlighet, og pasient- og brukerrettighetsloven kommer fullt ut til anvendelse. om at en dobbeltautorisasjon for manuellterapeutene vil innebære en tittelbeskyttelse og således gjøre det tydeligere for pasienter og brukere hva slags kompetanse utøveren faktisk har, mener jeg bare kan tillegges begrenset vekt. I den grad det hersker uklarhet knyttet til manuellterapeutenes kompetanse, vil dette kunne løses på andre måter enn å gi ny autorisasjon. Etter min vurdering er det i tillegg også mer riktig å anse manuellterapi som en videreutdanning basert på en autorisasjonsgivende grunnutdanning. Jeg er ikke enig i at manuellterapeutene gjennom sin videreutdanning har kvalifisert seg for en yrkesutøvelse som er vesensforskjellig fra den yrkesutøvelsen som følger av grunnutdanningen innen fysioterapi. Det er allerede i dag et utstrakt samarbeid mellom personellgrupper ved ytelse av helsehjelp. I framtidens helse- og omsorgstjeneste vil slikt samarbeid bli minst like viktig, og det vil sannsynligvis også være behov for kompetanse som dagens profesjoner i liten grad innehar. Det dukker jevnlig opp nye personellgrupper som ønsker autorisasjon, men en utvikling mot stadig nye autoriserte grupper kan innebære risiko for en mer fragmentert og profesjonsdelt helse- og omsorgstjeneste. Jeg viser også til at forslagsstillerne selv i utgangspunktet er skeptiske til ytterligere autorisasjoner innen helsefeltet dette fordi helse- og omsorgstjenesten beveger seg i retning av mer tverrfaglighet, og fordi det ikke er ønskelig med flere oppdelinger enn strengt påkrevet. Jeg er enig i dette. På mer prinsipielt grunnlag kan det også argumenteres for en forholdsvis restriktiv praksis når det gjelder å gi ny autorisasjon til helsepersonellgrupper med videreutdanning som bygger på en autorisasjonsgivende grunnutdanning. Blant ulike personellgrupper finnes det en rekke profesjonsinterne videre- av ulikt innhold og omfang. Dersom man skulle autorisere manuellterapeuter på bakgrunn av den videreutdanning de har gjennomgått, ville likebehandlingshensyn gjøre det vanskeligere senere eventuelt å avslå ønsker om autorisasjon fra andre personellgrupper med videreutdanning av tilsvarende omfang som manuellterapeutene. Dette vil i så fall åpne for en utvikling med stadig nye dobbeltautoriserte personellgrupper. Jeg viser til at man i EU nylig har tatt initiativ til en gjennomgang gjennomgang av regulerte yrker, bl.a. med bakgrunn i at utviklingen har medført økt byråkrati og administrative kostnader. I forlengelsen av dette vil jeg påpeke at etter det jeg er kjent med, er heller ikke manuellterapeuter autorisert som egen profesjon i sammenliknbare land. Som det framgår av min uttalelse til komiteen, har jeg ikke gjort noen endelig vurdering av om fysioterapeuter med videreutdanning innenfor manuellterapi bør omfattes av den offentlige spesialistgodkjenningsordningen som følger av helsepersonelloven. I den kommende stortingsmeldingen om framtidens primærhelsetjeneste vil jeg komme tilbake til spørsmålet om en eventuell utvidelse av dagens spesialistgodkjenningsordning. I meldingen vil jeg også komme tilbake til spørsmålet om direkte tilgang til fysioterapeuter generelt uten henvisning fra lege. Det blir replikkordskifte. Helseministeren uttalte nettopp her det

Kan statsråden se at manuellterapeutene, som én av tre profesjoner som har henvisnings- og sykmeldingsrett, kanskje står i en særstilling sammenliknet med andre med hensyn til autorisasjon? Manuellterapeutene har autorisasjon, så alle de forholdene som autorisasjon gir av fordeler for utøver, men ikke minst for pasienten – som er det viktigste – er ivaretatt gjennom at manuellterapeuten allerede har en autorisasjon som fysioterapeut. Replikkordskiftet er over. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 16. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen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

tverrpolitisk opptatt av tiltak for å styrkja kvalitets- og pasientsikkerheitsarbeidet i Noreg. I innstillinga er dei fleste tilrådingane frå ein samla komité. Meldinga handlar om heile spesialisthelsetenesta og heile kommunehelsetenesta inkludert eldreomsorg, og komiteen vil, som regjeringa skriv i meldinga, understreka at mykje er bra i norsk helseteneste. Helsevesenet representerer ei kunnskapsintensiv verksemd med mange kompetente fagfolk, og vi oppnår gode resultat på mange viktige område. Mellom anna gjer vi det godt når det gjeld overleving etter akutt hjarteinfarkt, hjerneslag og kreftformene livmorhalskreft, brystkreft og kolorektal kreft. Men kvaliteten varierer for mykje, og for mange vert skadde eller døyr tidleg som følgje av svikt og uheldige hendingar. Infeksjonar og følgje av svikt og uheldige hendingar. Infeksjonar og feil legemiddelbruk er to vanlege årsaker til skade. Helsevesenet er heller ikkje gode nok på informasjonsflyt, kommunikasjon og samhandling. Utskrivingssituasjonen frå sjukehus er òg eit veldig sårbart område. Ventetider for utgreiing, diagnose og behandling har også vore for lang for for mange. Komiteen legg stor vekt på at arbeidet med kvalitet og pasientsikkerheit må prioriterast, og at stortingsmeldinga om god kvalitet og trygge tenester vert følgd opp. Komiteen meiner at årlege meldingar, slik regjeringa legg opp til, er viktig. Komiteen peiker vidare i innstillinga på at god og tydeleg leiing er viktig på alle nivå i helsetenesta, og det er eit leiaransvar å sørgja for ein kultur som fremjar pasientsikkerheit i alle ledd – ein kultur der ein melder frå om feil, der ein lærer av eigne feil, og der tilsette sjølvsagt ikkje må vera redde for å ta opp ting internt og for å ytra seg offentleg. Komiteen meiner at pasientopplevd kvalitet må leggjast vekt på, og at betre informasjon til, kommunikasjon med og involvering av pasienten og deira pårørande må stå heilt sentralt i arbeidet for å skapa gode tenester. Komiteen deler bekymringa til regjeringa for at vi har mangel på kunnskap om kvaliteten i teneste på kommunenivå og ser fram til at det skal verta utvikla eit kommunalt helse- og omsorgsregister og kvalitetsindikatorar for dei kommunale tenestene. Komiteen trekkjer òg fram bekymringa til pasient- og brukaromboda for kapasitet og kvalitet i eldreomsorga. Eit fleirtal i komiteen viser til at det vert stilt spørsmål om tenestene er tilstrekkeleg dimensjonerte i kommunane for å møta utfordringane i eldreomsorga. Fleirtalet i komiteen meiner òg at dette området må få stor merksemd, og ber om at neste kvalitetsmelding gir ei fyldigare beskriving av situasjonen på dette området. Komiteen viser også til Statens helsetilsyn si tilsynsmelding for 2013, og ein samla komité understrekar særleg behovet

ved alle sjukehus og i alle kommunar. Komiteen viser òg til det store behovet for betre kommunikasjon innetter i helseføretaket, kommunikasjon med pasient og pårørande og kommunikasjon mellom dei ulike helseføretaka og mellom helseføretak og kommune. Ein samla komité peiker i innstillinga på at det skal utarbeidast ein handlingsplan i helsevesenet mot utbreiing av Senterpartiet har i innstillinga i tillegg fokusert på at norske sjukehus i dag har høg beleggsprosent, der gjennomsnittet i 2014 var på ca. 93 pst., og føreslår ei grense for det som er forsvarleg, på 85 pst. belegg, slik Helsetilsynet og britiske myndigheiter har gjort vedtak om. Vi kunne ha fremja mange forslag til denne saka, som er så omfattande, men det har ikkje komiteen gjort. Vi har valt å samla oss om viktige felles tema i merknader til denne årsmeldinga som er lagd fram frå regjeringa, og komiteen legg til grunn at statsråden og departementet les merknadene våre nøye. Når vi diskuterer kvalitet og pasientsikkerhet i den norske helsetjenesten, er det viktig å ta med hele bildet. Mye fungerer bra, og det gjøres en fantastisk jobb fra ansatte i sektoren. Omsorg, engasjement, idealisme og god kompetanse er noe av det som kjennetegner ansatte i helsetjenestene. Det er derfor viktig, når en ser med kritisk blikk på denne kompliserte og sammensatte sektoren, at en ikke snakker ned det gode tilbudet og den gode jobben som i all hovedsak

Ikke minst må det jobbes enda hardere for at informasjonen kommer fram ufiltrert til beslutningstagerne. Dessverre hører vi altfor mange historier både fra spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten om hvordan pasienter, pårørende og kanskje særlig ansatte med stort engasjement for sine pasienter blir frarådet å si noe, og noen ganger får beskjed om å holde munn om kritikkverdige forhold. Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt, og dette uvesenet må vi til livs. Det er heller ikke god ledelse. God ledelse er et viktig stikkord. God ledelse stimulerer til åpenhet. Åpenhet, både innad og utad, gir en positiv læringseffekt og er en forutsetning for god kvalitet i helsetjenestene. Som sagt: Det er mye bra i norsk helsetjeneste, men en opplever også en del forskjeller, og ikke alle får den hjelpen de burde få. Det er da til liten trøst for de som opplever å måtte kjempe mot systemet, at de fleste får god oppfølging og hjelp. Vi trenger derfor å fokusere på åpenhet, god ledelse og systemer som fanger opp mangler, og som setter pasientene i sentrum. Det er også grunn til å se på hvordan tilsynet med tjenestene fungerer. Mitt inntrykk er at her er det også store variasjoner. Jeg mener vi bør drøfte dette mer inngående og ikke minst se på hvordan tilsynene kan bli hardere i klypa for å sikre bedre helsetjenester. Vi må også se på hvilket handlingsrom vi som lovgivere gir tilsynene. Et eksempel på denne problematikken er begrepet «faglig forsvarlig» og håndteringen av dette fra både helsetjenestene og

om status for store deler av helse- og omsorgstjenesten, særlig innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Norske helse- og omsorgstjenester er på de fleste områder svært godt utviklet. Internasjonalt scorer Norge høyt på overlevelse for sykdommer som kreft, hjertesvikt og hjerneslag. Samtidig vet vi at vi har et betydelig forbedringspotensial, både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Kvaliteten i tjenestene varierer for mye, og vi har mye å hente på ventetid, kompetanse, bedre organisering, samarbeid, service og kommunikasjon. Økt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet er et av regjeringens viktigste satsingsområder innen helse og omsorg. Det er derfor svært positivt at helseministeren årlig vil komme til Stortinget med en melding om kvalitet og pasientsikkerhet. En årlig melding vil forhåpentlig vise gode endringsresultater, i kjølvannet av at regjeringen har fått lagt fram og satt ut i praksis alle sine meldinger og planer for å bedre helse- og omsorgstjenestene på tvers av nivåene. Det er en stor utfordring å oppleve at personer med stort behov for hjelp ikke alltid får den hjelpen de trenger og har krav på. Det er alvorlig at mange blir skadet eller dør for tidlig som følge av svikt og uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Dette kan vi ganske enkelt ikke være bekjent av, ei heller har som mål å skape pasientens helsetjeneste. For at vi skal lykkes, og for å kunne lære av egne og hverandres feil, må både ansatte og pasienter kunne melde fra om kritikkverdige forhold og feil som blir begått. Det er et ledelsesansvar å styre virksomhetene og utvikle en kultur som fremmer åpenhet og økt pasientsikkerhet i alle ledd i organisasjonen. Bedre informasjon og kommunikasjon med pasient og pårørende, og bedre involvering av disse, står sentralt i regjeringens arbeid med å skape pasientens helsetjeneste. Økt kvalitet og trygge tjenester må sikres ved å endre og forbedre både systemer, ledelse og kultur. Regjeringens etablering av et kommunalt helse- og omsorgsregister og økt satsing på IKT og kommunikasjon vil også være av stor betydning for å lykkes i dette viktige arbeidet. For å redusere ventelistene innfører regjeringen fritt behandlingsvalg og sørger for raskere diagnose og redusert ventetid for kreftpasienter. Vi lager en opptrappingsplan for rusfeltet og bygger ut det psykiske helsetilbudet i kommunene.

alle viktige bidrag for bedre å kunne planlegge en helse- og omsorgstjeneste med kapasitet og kompetanse til å møte fremtidens behov. Regjeringen gikk til valg på å skape pasientens helsetjeneste, med økt fokus på bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Pasientens behov skal stå i sentrum. Vi vil skape en helsetjeneste som er preget av åpenhet, da åpenhet er en forutsetning for god kvalitet. Meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet bidrar til dette og er nødvendig for å kunne sikre et likeverdig og godt helsetilbud til alle i

må vi vite om og forbedre deler av helsetjenestene som svikter. Denne kunnskapen er avgjørende for å skape pasientens helsetjeneste. Det er gledelig å se at det er mye bra i norske helsetjenester. Norge gjør det bedre enn OECD-gjennomsnittet på flere områder. Det er samtidig bekymringsfullt at vi skårer dårligere enn gjennomsnittet på ventetider, hjelp til å koordinere behandling og opplevd kvalitet på mottatt legehjelp. Det er samtidig verdt å merke seg at denne gjennomgangen er fra 2013, da norske sykehus styrte på rød-grønne budsjetter og rød-grønn politikk. Norske helsetjenester skal utvikles på bakgrunn av faglige retningslinjer, men også formes på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer i møte med sykehusene. Trygghet for at du får gode helsetjenester når sykdommen oppstår, er avgjørende for å bevare tillit til våre helsetjenester. De fleste opplever det norske helsevesenet som godt. Samtidig er det for mange som venter unødvendig lenge på behandling på sykehusene våre. Gjennom åtte år med rød-grønn regjering så vi at ventetidene vokste, og køene ble lengre. Mange opplever ventetiden og uvitenheten som ofte følger med, som frustrerende, og det kan skape utrygghet. For mange er det vanskelig eller umulig å utføre arbeid og hverdagsoppgaver under denne ventetiden. For andre kan skade eller sykdom forverres når ventetiden blir altfor lang.

Å redusere ventetidene er bra for den enkelte som slipper den ekstra påkjenningen som ventetiden kan medføre: bekymringer, forverring av sykdom og – i verste tilfelle – død. De samfunnsøkonomiske virkningene ved kortere ventetider er at flere kommer seg raskere tilbake i arbeid, og behovet for sykmelding minsker. Jo flere som er i arbeid, desto mer penger vil vi ha til å finansiere våre helsetjenester. Derfor er det vesentlig at arbeidstakere kommer seg raskt tilbake i arbeid. Den rød-grønne regjeringen var med på å utvikle en todelt helsetjeneste, der de med god råd kan kjøpe seg ut av køen, mens de med dårlig råd må vente. Vi innfører derfor fritt behandlingsvalg. Pasienter med rett til helsehjelp skal selv kunne velge hvor man skal kunne behandles blant godkjente institusjoner – på det offentliges regning. Fritt behandlingsvalg skal sørge for raskere behandling og mer valgfrihet ved norske sykehus. Regjeringen vil legge frem en nasjonal helse- og sykehusplan. Denne planen skal bidra til at spesialisthelsetjenesten styres mer på kvalitet – og pasientopplevd kvalitet skal være likeverdig med medisinsk kvalitet. Planen blir regjeringens viktigste verktøy for utforming av fremtidens sykehus og spesialisthelsetjeneste. Fremskrittspartiet vil fortsette å styrke helsetjenestene våre for vårt mål er en helsetjeneste som gir oss alle trygghet, med høy kvalitet og god tilgjengelighet. Uansett hvor i landet man bor, om man er kvinne eller mann med høy inntekt eller om man er arbeidsledig, så skal man alltid være trygg på at man får en god behandling i de norske helsetjenestene.

Utfordringene er særlig knyttet til medvirkning, kommunikasjon, samhandling og pasientskader. Det er i så måte urovekkende at Norge scorer dårligere enn gjennomsnittet i den årlige helsesystemundersøkelsen som gjennomføres av The Commonwealth Fund. Det gjelder bl.a. ventetid til spesialisthelsetjenesten, fastlegers brukerorientering, opplevd kvalitet på mottatt helsehjelp og ikke minst feilmedisinering og feilbehandling. Vi har i Norge et godt helsevesen, men vi må også ta utfordringene på alvor. Pasient- og brukerombudene er i så måte viktige, og det er også pasientorganisasjonene og brukerinteressene. Vi må lytte godt til disse aktørene. Pasient- og brukerombudene trekker særlig fram psykisk helsevern og behandling av rusavhengige og viser til at utskriving og samarbeid mellom sykehus og kommune er hyppige årsaker til henvendelser, fulgt av henvendelser om medisinering. Pasientene har ofte verken kjennskap til eller fått tilbud om individuell plan. I så måte er den et nøkkelord til mye av den mangelen på medvirkning og kommunikasjon som vi snakker om. En fersk rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om inneliggende pasienter innen tverrfaglig, spesialisert rusbehandling viser at ruspasienter er den gruppen pasienter som er minst fornøyd med behandlingen de får i det norske helsevesenet. Rusavhengige får i dag ikke et godt nok tilbud. Blant annet derfor har Venstre fremmet et forslag i Stortinget om en mer Videre understreker dette behovet for en opptrappingsplan på rusfeltet som jeg er glad for at samarbeidspartiene, med regjeringspartiene, i front er enige om. Det er også verdt å merke seg at ombudene reiser spørsmål ved om helse- og omsorgstjenestene i kommunene er tilstrekkelig dimensjonert for å kunne møte utfordringene i eldreomsorgen. Det er derfor viktig å bygge en kapasitet framover. Terskelen for å få langtids sykehjemsplass er i mange kommuner svært høy, og avlastnings- og rehabiliteringstilbudet er lite tilgjengelig. Mange pårørende er misfornøyd med innholdet i behandling, pleie og omsorg. Også noe av dette skyldes en mangel på dialog og kommunikasjon, men det handler også om en mangel på tid. Venstre deler regjeringas bekymring for at vi har en mangel på Venstre deler regjeringas bekymring for at vi har en mangel på kunnskap om kvaliteten i tjenester på kommunenivå. Vi ser derfor fram til at det etableres et kommunalt helse- og omsorgsregister og kvalitetsindikatorer for de kommunale tjenestene. Når det gjelder de kommunale tjenestene, er vi også opptatt av at det avdekkes mangler ved tilsyn i helsestasjonene. Det er en vektig grunn til bekymring fordi det i mange tilfeller handler om barn og unge. Helsestasjonene spiller i så måte en helt unik rolle i å følge opp barn og unge, og er et bredt lavterskeltilbud som det er viktig har både kapasitet og kvalitet. Vi har bl.a. derfor satt søkelys på antallet helsesøstre i helsestasjonene som ett viktig virkemiddel, men det er også viktig å legge vekt på at det må være andre helseprofesjoner i helsestasjonene, og at kapasiteten må bygges også der. Til slutt vil jeg rette søkelyset mot opplæring av dem som i dag sitter med et særlig der. Til slutt vil jeg rette søkelyset mot opplæring av dem som i dag sitter med et særlig brukermedvirkningsansvar – det er brukerråd i de regionale helseforetakene, og også i helseforetakene, knyttet til de enkelte sykehus. Opplæringen er forskjellig i dag, og FFO og de andre aktørene har et ansvar for å bidra til skoleringen. Jeg tror også at myndighetene må ta et litt større ansvar for å bidra i er i ferd med å få et komplisert system, og den systemkunnskapen er det helt sentralt at de

Ideen til en slik melding fikk jeg i 2011 da jeg satt i helse- og omsorgskomiteen. Den bygde på min erfaring fra kommunalkomiteen noen år før, der vi mottok årlige meldinger om bl.a. personvern til behandling i Stortinget. Regjeringens ambisjon er å skape pasientens helsetjeneste. Å sikre trygge og gode tjenester og å unngå skader og uønskede hendelser er grunnleggende i pasientens helsetjeneste. God ledelsesforankring på alle nivå og et system og en kultur som stimulerer til læring og forbedring, er avgjørende for å lykkes. I 2011 fremmet Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre en rekke tiltak om kvalitet og pasientsikkerhet. Ett av forslagene var at den årlige tilsynsmeldingen fra Statens helsetilsyn og pasient- og brukerombudenes landsomfattende årsrapporter skulle gjøres om til en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet – dette etter modell fra Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger, som behandles som stortingsmelding hvert år. Forslaget fikk ikke støtte fra regjeringspartiene den gangen og dermed heller ikke flertall i Stortinget. Da vi kom i regjering i 2013, var arbeidet med kvalitetsmeldingen noe vi satte i gang med umiddelbart. I dag er jeg veldig glad for at stiller seg bak at årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet skal løftes fram til en årlig debatt i Stortinget, slik det gjøres med de økonomiske rammebetingelsene for helse- og omsorgstjenesten gjennom statsbudsjettet. Norsk helsetjeneste oppnår gode resultater på mange områder. Vi ligger f.eks. høyt på overlevelse for sykdommer som kreft, hjertesvikt og hjerneslag. Samtidig kan vi bli bedre. Stortingsmeldingen gir et bilde av status og utfordringer innenfor kvalitet og pasientsikkerhet i hele helse- og omsorgstjenesten, slik det kommer til uttrykk i årsmeldinger fra pasient- og brukerombudene og fra Statens helsetilsyn. I tillegg inneholder meldingen hovedtrekk fra årsmeldingen til Norsk pasientskadeerstatning, Kunnskapssenterets meldeordning om uønskede hendelser, sluttrapport fra pasientsikkerhetskampanjen og nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer. Gjennom disse kildene får vi belyst utfordringer og tilfeller av svikt, og vi får tydeliggjort hvor det trengs å sette inn tiltak. Helsetilsynet og pasient- og brukerombudene har avdekket utfordringer når det gjelder informasjon, medvirkning og kommunikasjon, manglende koordinering, samarbeid og kompetanse, kapasitet og ventetid. Helsetilsynet har også påpekt uklare ansvarsforhold, manglende avtaler og mangelfulle samarbeidsrutiner mellom helsestasjon og fastlege. Svikt i fødselsomsorgen er avdekket gjennom varslingsordningen og det hendelsesbaserte tilsynet. Pasient- og brukerombudene er særlig bekymret for kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen. Vi har fortsatt et stykke igjen i arbeidet med å skape gode pasientforløp og få til bedre samhandling mellom nivåne i helsetjenesten. Pasientene involveres ikke godt nok i beslutninger som angår

primærhelsetjeneste, legemidler og nasjonal helse- og sykehusplan vil regjeringen foreslå tiltak på mange områder i helse- og omsorgssektoren. Pasientens helsetjeneste er overordnet føring i disse meldingene, og målet om å skape gode og trygge helse- og omsorgstjenester er gjennomgående. At vi nå har oppsummert kilder og fått status på kvalitet og pasientsikkerhet gir oss et viktig grunnlag for å sette mål og foreslå tiltak i meldingene som kommer dette året.

har statsråden gjort for at slike ting ikke skjer, og hva vil statsråden gjøre i framtiden for å forhindre at slike ting skjer? Den hendelsen er blitt vurdert av Helsetilsynet, og den hendelsen bekrefter dessverre de utfordringene som kommer tydelig fram i denne stortingsmeldingen. Det handler veldig mye om manglende koordinering av tjenestene, for dårlig samarbeid og for dårlig informasjonsoverføring i tjenesten. Vi er nå i gang med å gjennomføre den type konkrete tiltak for å møte disse utfordringene. Det gjør vi gjennom å introdusere et pakkeforløp på kreftområdet, som nettopp handler om koordinerte tjenester, med en ansvarlig koordinator som følger pasienten gjennom tjenesten. Dette er et lokomotiv for måten å tenke på for resten av helsetjenesten. Vi har også sendt på høring et forslag om at den enkelte pasient med alvorlige sykdommer i sykehus skal ha rett til en fast kontaktlege, det som Per Fugelli kaller for fastlegen i sykehus. Det er også et konkret tiltak som har som formål å bedre slike forhold.
da er

trenger en koordinator, en koordinator som virker uavhengig av tjenesten, og som kan hjelpe til med å finne fram og ikke minst samordne. Vi vet at det er varierende kvalitet blant koordinatorene. Vi vet at mange kjemper en kamp mot systemet. Vi vet også at en god koordinator kanskje kan arbeide mer effektivt når det gjelder samordning av tjenestene. Hvorfor er det så vanskelig å få regjeringa med på å styrke koordinatorfunksjonen? Det er mitt spørsmål til statsråden.

Så vil jeg også minne om at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre gjentatte ganger i forrige periode foreslo at den enkelte pasient også skulle ha en personlig rett til å få en fast kontaktlege i sykehuset. Dette var noe som Arbeiderpartiet stemte ned, og som de mente det ikke var nødvendig for pasienten å ha. Nå er det et lovforslag om dette på høring, og vi har som intensjon å gjennomføre det. Det er hevet over enhver tvil at det er en lovfestet rett til koordinator i dag, særlig innen primærhelsetjenesten, men at den fungerer veldig ulikt fra kommune til kommune. Så har statsråden rett i at det er gjort noe innen enkelte deler av somatikken, men bildet ute er veldig tydelig på at dette er en tjeneste som fungerer bra noen steder og svakt andre steder. Det går kanskje først og fremst ut over dem med sammensatte lidelser og dem som har størst behov for hjelp og oppfølging. Så jeg vil gjerne stille spørsmål igjen: Hva tenker regjeringa å gjøre for disse gruppene, kanskje spesielt med vekt på primærhelsetjenesten, for å styrke koordinatorrollen og for å sikre et likeverdig tilbud i så måte, uansett hvor en bor i

på samme måte som ordningen med individuell plan, som er en ordning som ble innført for enda lengre tid siden, og som skulle rette opp i disse forholdene, er det stor variasjon mellom kommunene i hvordan en tar disse verktøyene i bruk. Det er noe av bakgrunnen for at vi nå fremmer en stortingsmelding om primærhelsetjenesten, som nettopp skal gripe fatt i hvordan vi skal sikre mer sammensatte, sammenhengende og teambaserte tjenester i primærhelsetjenesten. Det vi nå ser, men den hadde liten oppmerksomhet på at helsetjenesten i kommunene i veldig stor grad er siloorganisert, og at det glipper der. Det er nettopp det den nye meldingen skal gripe fatt

skal få tilbod om pasientkoordinator? Pasientene har behov for koordinator, og det betyr at vi nå jobber på en systematisk måte, som jeg også svarte forrige spørsmålsstiller, for å sikre at pasientene får det. Jeg mener at det vi gjør på kreftområdet, er et lokomotiv for måten vi skal organisere tjenestene på på andre områder for framtiden. framtiden. Jeg tror at det som en vil oppdage, er at den rollen er helt sentral, at den er viktig for den enkelte pasient, og at den er viktig for den enkelte pasient for å få god informasjon, men at den også faktisk er viktig for sykehusene, for helseforetakene, for å sikre en god bruk av deres ressurser. Jeg er helt overbevist om at flere vil se lyset – og betydningen av den rollen. Mitt spørsmål til forrige helseminister

Men jeg ønsker å høre statsrådens tanker om hvordan vi kan få på plass et mer systematisk tilsyn og kvalitetsarbeid lokalt, med egne tjenester. Det synes jeg er et veldig viktig og godt spørsmål, og det er også en av grunnene til at endret mandatet til det som den gangen het Syse-utvalget, men som nå heter Arianson-utvalget, som skal komme med sine anbefalinger i en NOU i løpet av høsten. Der vil vi bl.a. få vurdert om den melde- og varslingsplikten som er i spesialisthelsetjenesteloven, også bør omfatte de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Jeg mener at det gjøres ganske mye bra tilsynsarbeid av Helsetilsynet. Det gjøres mye bra av pasientombudene, og det lages gode rapporter. Dessverre ser vi at de rapportene ikke brukes godt nok av det politiske ledelsesnivået i kommunene når det gjelder å følge opp sine tjenester. Jeg mener at vi, med det som Stortinget gjør i dag, går foran når det gjelder den tenkningen, og jeg håper at kommunene følger etter på dette området.

statsråden, departementet og regjeringa legger fram en ny stortingsmelding om dette viktige temaet. Jeg har fra denne talerstolen og fra andre talerstoler rost regjeringa når jeg synes de gjør noe bra. Det er veldig bra at vi har denne til behandling i dag, og jeg håper statsråden kan være raus nok til å si at han står på skuldrene til et veldig viktig arbeid som ble gjort på rød-grønn vakt,

Dette er den første årlige stortingsmeldingen om pasientsikkerhet og kvalitet. Det er helt riktig at den forrige regjeringen fremmet en stortingsmelding som bygget bl.a. på pasientsikkerhetskampanjen, som var en veldig bra kampanje. Den var så bra at vi har gjort den om til et permanent program. Så det er ikke lenger en kampanje, men en permanent måte å jobbe på. Jeg er veldig glad for, som jeg også sa i mitt innlegg, at Stortinget enstemmig har sluttet seg til at Stortinget har behov for årlig å diskutere statusen knyttet til pasientsikkerhet og kvalitet, ikke som stortingsmeldinger som kommer en gang iblant med ulike tiltak, men som en årlig status rundt dette arbeidet, som nettopp oppsummerer det som er de nasjonale tilsynene til Helsetilsynet, som er pasient- og brukerombudenes årsrapporter, som er oppsummeringen fra Kunnskapssenterets meldeordninger og de internasjonale sammenlignbare undersøkelsene som Norge er med i. Dette er rett og slett fordi det gir disse ordningene en forhøyet status. Det legges mye arbeid ned i disse rapportene. De som leser disse rapportene, vil også se at de er veldig pedagogiske. De er godt egnet som verktøy for ledelsen i de ulike delene av virksomheten vår for å lære, og ikke minst lære av og ikke minst lære av de feil som andre har gjort, for å forbedre systemene og unngå at feil skjer. Så tror jeg også det er riktig, som flere har vært inne på i innleggene her, at dette handler veldig mye om en bevisst ledelse, og at ledelsen på de ulike nivåene tydeliggjør at det å oppnå god pasientsikkerhet og kvalitet er avgjørende for tjenestene våre, og at vi måler helse- og omsorgstjenestene i Norge også på resultater knyttet til pasientsikkerhet og kvalitet. Da mener jeg det er helt riktig at det også gjelder Stortinget, og at Stortinget derfor årlig får denne muligheten til nettopp å løfte blikket og se på pasientsikkerhet og kvalitet uavhengig f.eks. av diskusjonen om budsjetter og økonomiske rammer. Jeg håper også at det vil være til inspirasjon for f.eks. kommunene våre, og at de også kanskje ser på en del av de nasjonale tilsynene og pasient- og brukerombudenes meldinger, for nettopp å diskutere status og utfordringer i egne tjenester, fordi det vil ha stor betydning for hele tjenestens oppmerksomhet på dette området. Eg tar ordet fordi det

bruk for langvarige og koordinerte tenester. Regjeringa har sendt ut eit høyringsforslag om rett og plikt til å få nemnt opp kontaktlege. Slik eg les det høyringsforslaget, betyr det ikkje at dagens plikt til å tilby ein koordinator skal falla. Det ligg jo i spesialisthelsetenestelova i dag. dag. Dermed er det eit rimeleg spørsmål kva plan regjeringa har for kva tid dei som har rett til koordinator, skal få det – slik vi har stilt spørsmål om i dag. Så uttalte statsråden i replikkrunden at regjeringa òg vil gjera ein koordinator til ein

kva er då grepet til regjeringa for at fleire helseføretak skal tilby dette? Det er faktisk ei lovbestemd plikt, og det er eit problem at dette arbeidet tilsynelatande går veldig seint. Eg kunne altså ønskt meg ei oppklaring av forskjellen mellom kontaktlege og pasientkoordinator, kva som skal vera ein individuell rett og ikkje, kva som spesifikt vert gjort for at fleire skal få ein koordinator, og kva for at fleire skal få ein koordinator, og kva tid ein ser føre seg at det skal verta ein reell

hvert fall i rundt ti år, kanskje noe lenger, og på tross av det ser vi at det er utfordringer knyttet til dette. Da viste jeg til det vi gjør på kreftområdet, der vi ser at det å organisere tjenestene på en annen måte, det å legge forløp som er basert på hva den enkelte pasient har behov for, og knytte det opp mot en koordinatorrolle, også er et nyttig virkemiddel for å sikre at pasientene får den koordinatoren som helseforetakene har plikt til å tilby. Så er det et poeng at pasientene også har et behov for å ha en kontaktlege å forholde seg til, og der har regjeringen nå – i motsetning til det som Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet ville i forrige periode sendt på høring et forslag som innebærer at pasientene også får en ordning med individuell rett til en kontaktlege. Dette vil jo også være en viktig ordning, ikke minst for å sikre pasienten god og sammenhengende informasjon fra helsetjenesten. Det er ikke foreslått endringer i gjeldende plikt til å oppnevne koordinator, bortsett fra at hovedregelen om at koordinator i spesialisthelsetjenesten skal være lege, fjernes, og så får man da en individuell rett til å ha en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 17. Ingen har bedt om ordet. Da er vi klare til å gå til votering. Under debatten har Åsmund Aukrust satt fram i

vi har til

da vi

Sak nr. 18 er andre gangs behandling av lov og gjelder lovvedtak 44. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Dermed er

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Det er